for få
det ser vi, men jeg

representantar

Presidenten gjør oppmerksom på at lovvedtak 22 er trykket i beriktiget utgave. Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak 18 til og med 31 er dermed bifalt ved annen gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det har ingen gjort, og møtet er hevet.